Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt ti forslag. Det er forslagene nr. 1–6, fra Jan Bøhler på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 7–9, fra Mona Fagerås på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 10, fra Åshild Bruun-Gundersen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

Jeg har også lyst til å ta